Det er forslagene nr. 1–10, fra Lars Haltbrekken på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne forslagene nr. 11–14, fra Lars Haltbrekken på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne forslag nr. 15, fra Lars Haltbrekken på vegne av Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 16, fra Sofie Marhaug på vegne av Rødt og Venstre forslagene nr. 17–22, fra Sofie Marhaug på vegne av Rødt og Miljøpartiet De Grønne forslag nr. 23, fra Ola Elvestuen på vegne av Venstre forslag nr. 23, fra Ola Elvestuen på vegne av Venstre Det voteres over forslag nr. 23, fra Venstre. Forslaget ble under debatten endret og lyder nå: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å tilføre Statnett midler som sikrer en lavere økning av nettleien i fremtiden enn det som er planlagt.» Det voteres

det var en satsing, og

Stortinget går da over til å votere over sakene på dagens kart. Sakene 1 og 2 er andre gangs behandling av lovsak og omfatter lovvedtakene 62 og 63. Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Under debatten har Frank Edvard Sve satt fram i alt tre

da: Har